Trandum i tillegg til etablering av et nytt utreisesenter på Gardermoen. Jeg er fornøyd med at disse tiltakene nå får bred støtte i Stortinget. En av de største utfordringene vi har på utlendingsfeltet, er utfordringene med å få fastsatt rett identitet. Det skyldes dels at noen bevisst og aktivt ønsker å la være å avklare egen identitet og villede utlendingsmyndighetene, og dels at en del asylsøkere kommer fra land hvor det ikke utstedes tilfredsstillende id, eller at de har flyktet og ikke fått med seg id-papirer. Særlig i de førstnevnte tilfellene medfører det et vesentlig arbeid for politiet å avklare rett identitet, noe som er en forutsetning for riktig behandling av søknaden og for retur dersom opphold ikke innvilges. Derfor har regjeringen foreslått en styrking av id-arbeidet og kapasiteten i politiets id-etterforskning og utenriksstasjonenes arbeid og kompetanse på id-området. Samtidig som det er viktig for regjeringen å sikre at personer som ikke har lovlig opphold i Norge, skal returneres, er det også viktig å sikre at personer som trenger beskyttelse, skal få det. Regjeringen foreslår å videreføre dagens ordning for kvoteflyktninger hvor 1 000 plasser var øremerket syriske flyktninger av en totalkvote på Flyktningekatastrofen i Syria er av enorme dimensjoner, og svært mange mennesker befinner seg i en fryktelig vanskelig situasjon. Under budsjettforhandlingene i Stortinget har antall kvoteflyktninger økt med ytterligere 500 plasser. Sammenliknet med andre land i Europa tar Norge med dette et ganske stort ansvar for flyktninger i regionen. Samtidig vil jeg minne om hvor viktig det er å bidra med humanitær hjelp i nærområdene. Også her bidrar Norge på en god måte. Så har jeg lyst til å legge til at det har vært en diskusjon, særlig i en del av replikkordskiftene, hvor man forsøker å fremstille det som om avtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene enten må være innstramninger eller oppmykninger. Jeg er ikke enig i det, for avtalen rommer begge deler. På enkelte områder er det lagt opp til på andre områder er det lagt opp til oppmykninger. Det er poenget med denne typen avtaler, slik at alle partiene i en slik avtale skal få gjennomslag for den viktigste delen av sin politikk. Det åpnes for replikkordskifte.

Det vi finner, er en oppramsing av ulike problemstillinger knyttet til saken og ikke en vurdering av hvor mange vi kan ta imot. Mitt spørsmål til statsråden er om statsråden mener at han med dette kan kvittere ut anmodningen fra Stortinget. Jeg mener nemlig at det kan statsråden ikke gjøre. Jeg vil derfor gi statsråden anledningen til å svare på

å fremme flere saker enn det de har gjort, som også har vært et bidrag til at vi kunne svare opp dette i budsjettproposisjonen for 2015. Jeg merker meg svaret, og sier takk for et klart svar. Og så kan jeg opplyse om at jeg er uenig i den vurderingen, men det får vi komme tilbake til. I et replikkordskifte i denne salen i fjor, ca. på denne så kan jeg opplyse om at jeg er uenig i den vurderingen, men det får vi komme tilbake til. I et replikkordskifte i denne salen i fjor, ca. på denne tiden, svarte statsråden dette om hvilken innvandring- og asylpolitikk han var opptatt av å føre: «De konkrete tiltakene som denne regjeringen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre vil iverksette, vil bli klare og tydelige når de forhandlingene er endelig ferdig». Den siste tiden er det noen som hevder at det er skapt mer uklarhet om hvilken innvandringspolitikk Norge skal føre, og i går fikk vi en ny forskrift om de lengeværende asylbarna og deres hvilke punkter er dette en klar liberalisering, og på hvilke punkter er denne forskriften en klar innstramming av politikken? Jeg tror det må bero på en misforståelse, for når jeg snakker om avtalen mellom Kristelig Folkeparti og Venstre og regjeringspartiene, snakker jeg om oppfølgingen av Nydalen-enigheten om asyl- og innvandringspolitikken generelt. Der er det både punkter som er innstrammende og andre punkter som er oppmykende. Den forskriften vi ble enige om på fredag, og som trådte i kraft på mandag, er en del av den avtalen som er oppmykende. Hensikten med denne forskriftsendringen har vært at det skal gi en løsning for lengeværende barn på lang sikt, og så skal det gi en av de sakene hvor barn har vært i landet veldig lenge, hvor en i større grad enn i dag – unnskyld – enn i forrige uke legger vekt på hensynet til barna i den konkrete vurderingen. Presidenten vil opplyse om at den reglementsmessige tiden for dagens møte er ute, men presidenten vil foreslå at møtet fortsetter til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. I går trådte den nye forskriften i kraft, etter en avtale som var forhandlet fram mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er vi svært glade for. Vi setter pris på at dette er en varig ordning, som vi kan forholde oss til framover. Men vi vet at ca. 200 lengeboende asylbarn bor i landet nå, og det er mulig at de lever i en familie der det er et lovlig vedtak om at de skal ut av landet. Derfor kan politiet på kort varsel hente dem og kjøre dem ut på en justispolitisk lovlig måte, men dermed får en ikke prøvd deres sak opp mot den nye avtalen som trådte i kraft i går. De må da be om en og vi vet jo at det er viktig å ha en høy rettspraksis på dette området. Vil det automatisk bli en ny vurdering av disse, eller må de selv be om det? Det er for å kunne gi et råd ut jeg lurer på det. Med denne nye forskriften vil de som ikke er returnert, komme inn under forskriftens bestemmelser og ordinære saksbehandlingsrutiner når retur eventuelt skal gjennomføres. Det betyr at UNE vil foreta en vurdering av det på en ordinær måte – på samme måte som de har gjort med returer innenfor det tidligere regelverket. Talspersoner for Kristelig Folkeparti og Venstre er svært tilfreds med avtalen som er

Vi vet at det aldri før har vært sendt ut så mange lengeværende barn fra Norge som etter at den blå-blå regjeringen overtok og regjerer på grunnlag av samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Politikken det siste året har vært basert på den midlertidige løsningen som de har vært enige om. Den har ikke fungert etter intensjonen. Nå er en varig løsning på plass, noe som sikrer en sterkere vektlegging av barns beste. Hvor stor liberalisering – i forhold til dagens regelverk – mener statsråden at det har blitt gjort avtale om? Kan det f.eks. uttrykkes i hvor mye større andel av de lengeværende barna og deres familier som vil bli gitt opphold i Norge? Det er et svar det er helt umulig å gi. Det er fordi utlendingsforvaltningen behandler enkeltsaker, og det betyr at det nye regelverket vil få anvendelse på enkeltsaker. Men det er ingen tvil om hva som er intensjonen med dette nye regelverket og avtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre og regjeringspartiene. Derfor er vi også enige om at dette regelverket skal evalueres etter ett år, for å se om den intensjonen er fulgt opp eller ikke. Når representanten Greni sier at engangsløsningen eller den forrige løsningen eller den midlertidige løsningen, som hun kalte det, ikke har fungert etter hensikten, er jeg litt usikker på hva representanten mener med det, for det mener jeg bestemt at den har gjort. Dette har vært et arbeid som har pågått i lang tid. Det første og viktigste var å få på plass engangsløsningen. Den trådte i kraft 1. juli 2014, og så har vi fått en ny forskrift om lengeværende barn, som skal være den varige løsningen, og som trådte i kraft i går. Så jeg er litt usikker på hva representanten viser til når hun sier at det er en eller annen løsning som ikke har fungert.

en klar oppmykning i forhold til det foregående regelverket? Som jeg sa i mitt svar på det forrige spørsmålet, er det vanskelig å kvantifisere dette, men intensjonen bak endringen er at dette skal være en oppmykning for lengeværende barn og en varig løsning for lengeværende barn, hvor barns interesser blir vektlagt i større grad enn i forrige uke, i samsvar med det som representanten Skjelstad selv sa i sitt innlegg i salen. Det er vanskelig for en statsråd, som ikke driver med enkeltsaksbehandling i verken UDI eller UNE, å kvantifisere hvor stor eller liten den liberaliseringen er. Derfor er jeg også veldig glad for at vi under forhandlingene på fredag også ble enige om at dette regelverket skal evalueres etter ett år, for at vi skal være sikre på at intensjonen bak regelverket

og sånn sett er det ingen som er sendt ut av landet i strid med det regelverket som gjelder. Jeg synes det er viktig å presisere det. Når det gjelder barnefaglig kompetanse, er det selvfølgelig en forutsetning for at man skal kunne fatte riktige vedtak. Her er jeg på linje med representanten Andersen. Derfor har vi også tatt opp den problemstillingen i ikrafttredelsesrundskrivet til forskriften, som ble sendt ut sammen med forskriften, hvor det er lagt vekt på at også den kompetansen skal

Men denne debatten handler også om hva vi gjør med integrering og om å bosette den enkelte flyktning ute i kommunene. Integreringspolitikken må ha som mål at innvandrere skal få bruke ressursene sine. Vi skal stille krav til dem som har fått opphold i Norge, om å være med og bidra til fellesskapet. Nøkkelen til det arbeidet er språk, utdanning og deltakelse i arbeidslivet. arbeidslivet. Gjennom gode introduksjonsprogrammer og norskopplæring får nyankomne flyktninger grunnleggende kvalifisering som skal gjøre veien videre ut i arbeidslivet kortere. Tall vi har fått fra SSB, viser at det har vært en økning. Vi beveger oss i riktig retning, men vi har likevel en vei å gå. Det er for og det er viktig at kommunene lærer av hverandre og trekker erfaringer fra de kommunene som lykkes godt i dette arbeidet. Vi må også være tydelige i kravene våre, slik at flere går over i arbeid eller utdanning, og da må vi få mer fleksibilitet i ordningene. Det er viktig at vi samarbeider med de frivillige organisasjonene, og at kommunene ser det viktige integreringsarbeidet som de frivillige deltar med hver eneste dag også ute i kommunene.

Mange står i dag utenfor arbeidsmarkedet og faller også utenfor en del av dagens ordninger. Som også representanten Karin Andersen var inne på: Jobbsjansen er et viktig tiltak for disse kvinnene, som vi trenger å få ut i arbeid, og det har så langt gitt gode resultater.

Vi skal videreutvikle dette arbeidet. Foreldrenes deltakelse i arbeids- og samfunnsliv er viktig for barna. Vi skal basere vår politikk på kunnskap. Det er nå ti år siden forrige gang det ble gjennomført en levekårsundersøkelse om innvandrere. Både antall og sammensetningen av innvandrere har endret seg de senere årene. Derfor vil regjeringen gi SSB i oppdrag å gjennomføre

vi skal videreføre dette arbeidet. Vi skal også forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme, som for min del er et viktig arbeid. Det forebyggende arbeid – det å ha forskning og forebygge – ute i kommunene må vi jobbe sammen med kommunene om for å få til god integrering og hjelpe foreldrene som er bekymret for sine barn. Det har vært rekordbosetting ute i kommunene. Kommunene har vært velvillige. De har sagt ja til å bosette flere – 17 pst. flere enn i fjor. Likevel sitter det altså ca. 5 200 med oppholdstillatelse i mottak. Det er viktig at dette arbeidet blir intensivert også framover. Det blir replikkordskifte. Budsjettforslaget fra regjeringen har fått en del kritikk for

Utdanningsforbundets nestleder, Steffen Handal, sa at kuttet var skammelig og hjerterått, og barneombud Anne Lindboe sa at dette vil påføre dem en dårligere psykisk helse, dårligere språkutvikling, og de vil bli dårligere integrert. Jeg vet at dette ikke ligger på statsrådens budsjett, men statsråden snakket så fint om barnehager og om at nøkkelen til integrering er språk, så jeg er nødt til å Mener hun at dette kuttforslaget ville ført til bedre eller dårligere integrering av barn? Som integreringsminister har min hovedoppgave vært å få bosatt de flyktningene som har fått lovlig opphold, så raskt som mulig ute i kommunene. Det har flere vært inne på i dag også, og vi vet at det er en stor utfordring. der ute i kommunene de skal starte livet sitt, for å begynne i barnehage, for å begynne på skolen, for å lære seg språk. Vi må konsentrere oss om å gi barnehage og gratis kjernetid til dem som har fått opphold, og som skal ut i kommunene. Det er mitt hovedanliggende. Jeg er også veldig glad for at våre budsjettkamerater her på Stortinget har sikret at barnehagetilskuddet til mottakene er inne igjen i

Så har jeg lyst til å spørre om bosetting. Arbeiderpartiet har foreslått mer enn en dobling av integreringstilskuddet. Regjeringspartiene stemmer i dag mot vårt forslag om et ekstraordinært tilskudd for å få bosatt dem som har bodd lengst på mottakene. Er det et uttrykk for at regjeringen er fornøyd med tempoet på bosettingen, eller ønsker statsråden også nye tiltak for å øke takten på bosetting i kommunene?

250 mill. kr pluss 50 mill. kr for neste år. Vi har også økt støtten til dem som har sittet lengst. De som har sittet lengst, er faktisk de som har utfordringene som gjør at de er vanskeligst å få bosatt. Derfor har vi også økt den støtten sånn at den kommer likt ut med det som kommunene får i dag for personer som har ekstra utfordringer. Jeg er fornøyd med at vi har fått økt integreringstilskuddet. Samtidig ser jeg at vi fortsatt har en vei å gå. Når jeg er ute og snakker med kommunene, er det veldig klart at det er det å få på plass boliger og å få dekket mer av kostnadene til integrering, som er den største utfordringen kommunene har. Bosettingen går tregt, og det er en tverrpolitisk enighet om at det må vi gjøre noe med, selv om det er bosatt flere i 2014 enn tidligere. Jeg er glad for det statsråden sier, at det skal være kunnskapsbasert det vi gjør. Jeg spurte Arbeiderpartiet tidligere i en replikkrunde om de hadde erfaring med hva kommunene oppga som flaskehals. flaskehals. Svaret var vel, forenklet sagt, bosetting. Nå skal statsråden ha ros for at hun selv ringer rundt til kommuner, har jeg hørt, og det er veldig bra. Hva er statsrådens erfaring med hensyn til hva kommunene oppgir som grunn for at de ikke bosetter? Er det mangel på boliger, er det mangel på arbeidsplasser, er det for dårlige tilskudd? Hva har en erfart når det gjelder dette, slik at få en mer målrettet politikk på området? De siste månedene har jeg hatt møte med ca. 50 ordførere rundt omkring i landet for å stille dem spørsmålet: Hva er det som skal til for å få en raskere bosetting, og hva er det som skal til for at kommunene kan ta imot flere? Det som er gjennomgangstonen i de møtene, har vært at de sliter med å få de sliter med å få dekket de kostnadene de har med hensyn til den enkelte. De ser også at noen av disse flyktningene trenger lengre tid for å lære seg språket for å komme seg ut i arbeid, og noen trenger kortere tid. Derfor ønsker de også en fleksibilitet i den ordningen. Men så er det også flere kommuner som sier at det er veldig uforutsigbart når de ikke vet hvor mange det er som kommer på familiegjenforening. De har kanskje sagt ja til å ta imot 10, og så kommer det 20 – de vet altså ikke hvor mange som kommer på familiegjenforening. Det er en utfordring når vi vet at en skal ha bolig, en skal ha barnehageplass, og en skal ha skole. Derfor har det vært viktig for meg denne høsten å lytte til kommunene og snakke med ordførerne.

Barnevernstiltak for enslige mindreårige finansieres med en kommunal egenandel, og toppfinansieringen ble i fjor foreslått redusert, så kommunene må inn med en større andel selv. Hva er erfaringene med de endringene som ble gjort i finansieringen av barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere? Er det like god bosetting av denne gruppen nå som og er kommunenes tiltak rettet mot denne gruppen endret på noe vis? Jeg forstår spørsmålet fra representanten Greni, men det er litt for tidlig å si hvilke erfaringer kommunene har gjort seg. Vi har sett at det er en utfordring å få bosatt enslige asylsøkere, men samtidig mener jeg at kommunene ikke har kommet verre ut i dette året, på grunn av at regjeringen økte det særlige tilskuddet for bosetting av enslige mindreårige. Det er styrket med 120 mill. kr, slik at kommunene reelt sett fikk en økning på 10 pst. på egenandelen.

Da er det
er så alene og har behov for så tett oppfølging som dem, for at det ikke skal gå galt. Jeg har lyst til å utfordre statsråden på dette med Jobbsjansen, for Jobbsjansen har fungert veldig bra. Det vi vet, er at mange står ganske langt unna arbeidslivet. De kommer fra tradisjoner der det ikke er vanlig at kvinner jobber, og mange av dem har også veldig dårlige språkkunnskaper på forhånd. Jobbsjansen har vært utviklet for faktisk å kunne oppsøke disse kvinnene hjemme, oppmuntre dem og få dem ut i arbeidslivet.

synes mer opptatt av å kritisere forrige regjering og diskutere hvordan forholdene var den gangen, enn å diskutere de utfordringene vi står overfor i dag. Dette har altså vært påfallende i de andre debattene, men særlig påfallende i akkurat den debatten vi har nå. Det er kanskje ikke så rart, for den debatten vi har nå. Det er kanskje ikke så rart, for denne debatten har mer og mer utviklet seg til et seminar – ikke bare om hva slags merkelapp regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre vil sette på Arbeiderpartiets politikk, men også hvorvidt deres egen politikk er en innstramming, en liberalisering eller begge deler. Det hvilket av de fire partiene som uttaler seg, og vi har også sett variasjoner innenfor samme parti. Sannheten er vel den at regjeringen sammen med sine samarbeidspartier i all hovedsak viderefører den rød-grønne innvandringspolitikken som de liker å kritisere. Det er imidlertid noen viktige unntak viktige unntak her, bl.a. at dagens regjering vil prioritere de kvoteflyktningene som har lettest for å bli integrert, på bekostning av de aller mest sårbare flyktningene. Jeg har også registrert at når det gjelder temaet kvoteflyktninger, har man her i salen gjort forsøk på å framstille det som om Arbeiderpartiet er mot å ta imot flere kvoteflyktninger. Det er helt feil. I vårt opplegg for neste år

I vår, da Arbeiderpartiet foreslo en egen Syria-milliard med større innsats i Syrias nærområder, pluss å kunne ta imot flere kvoteflyktninger i Norge, stemte stortingsflertallet også det ned. ned. Så, da SV i vår fremmet Dokument 8-forslag om å ta imot flere syriske flyktninger, endte det med at stortingsflertallet gjorde et anmodningsvedtak, der man ba regjeringen komme tilbake med en vurdering av hvor mange flere kvoteflyktninger fra Syria Norge kunne ta imot. imot. Tenkningen bak det var at vi da kunne ha et felles utgangspunkt for disse debattene i framtiden – i stedet for at man justerte kvoteflyktningstallet opp og ned litt etter hvordan stemningen er i salen til enhver tid, kunne man ha et litt mer felles opplegg for framtiden. Det ville gitt en helt annen forutsigbarhet. Det hadde jeg faktisk forventet at regjeringen fulgte opp, og når justisministeren her sier at man har kvittert ut det forslaget ved i budsjettforslaget for neste år å foreslå null flere kvoteflyktninger fra Syria, vil jeg betrakte det som en provokasjon. Dette må Stortinget komme tilbake til på et senere tidspunkt. Så til historieskrivingen også på et annet område: Vår regjering bosatte i størrelsesordenen 30 000 flyktninger de fire siste årene vi hadde regjeringsmakten. Bosettingspolitikken er bygd stein bygd stein på stein, og jeg ønsker virkelig av hele mitt hjerte at statsråd Horne skal lykkes med å bosette enda flere. Vi er helt enig i at alle kommuner skal spørres om å ta imot flyktninger. Jeg mener det er helt unødvendig å gjøre dette til en politisk konflikt som ikke eksisterer. For mange små kommuner kan nettopp innvandrere og flyktninger være en mulighet til å øke folketallet og gi impulser til ny vekst.

9. oktober 2012 ble hun skutt i hodet. Nesten to år etter mottar hun fredsprisen. Hennes innsats for å styrke jenters rett til selvstendighet er en kamp som bare er i startfasen. Når vi i morgen sitter i rådhussalen, bør vi alle reflektere over hvordan vi selv kan bidra til at jenter med samme eller lignende bakgrunn som kan vokse opp som sterke og selvstendige kvinner. Nettopp derfor er jeg glad for at regjeringen har et særlig fokus på jenter og kvinner i sitt integreringsarbeid. Når regjeringen fra høsten 2015 innfører gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer i hele landet for familier med lav inntekt, kan dette være et særlig godt og treffsikkert tiltak for kvinner med minoritetsbakgrunn. Når vi også kombinerer dette med aktivitetsplikt, gir vi et klart signal om at dette skal være en løsning der begge parter, både det offentlige og foreldrene selv, har et felles ansvar for og mål om integrering. Opphold i barnehagen vil gi fundamentet som hindrer at barna faller ut av skolen allerede i 1. klasse, og aktivitetsplikten vil gi spesielt kvinnene en forpliktelse, men også en motivasjon til å gå ut i arbeid. Jeg har i forbindelse med min tidligere jobb truffet mange jenter med tragiske skjebner. Helt uavhengig av om jeg var i Vietnam eller i Mosambik, var det én fellesnevner som gikk igjen. Da jeg spurte jentene om hva som var den ene hendelsen i deres liv som hadde påvirket ting mest i negativ retning, svarte de fleste følgende: Jeg fikk ikke fullført skolen. Det gjorde at de giftet seg og fikk barn for tidlig. Det gjorde at de aldri kom seg ut i arbeidslivet. De var prisgitt at andre skulle hjelpe dem. Vi har nå en fantastisk anledning til å gi mange jenter og kvinner en ny start i livet her i Norge. Det gjør vi best gjennom målrettede tiltak for introduksjon og integrering i det norske samfunnet. La meg nevne noen punkter fra budsjettet. Vi knytter gratis kjernetid i barnehage opp mot aktivitetsplikt. Det vil få flere kvinner i arbeid. Vi styrker arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vi gjennomfører tidenes satsing på bosetting, slik at folk raskt kan komme i gang med sitt nye liv og bo i et eget hjem. Det er også et viktig velferdstiltak. Vi forsterker satsingen på flere organisasjoner som jobber nettopp med integrering og styrking av kvinners rettigheter og framtid, særlig med fokus på språk og inntreden i arbeidslivet. La meg også knytte noen generelle refleksjoner til arbeidet med mangfold og integrering. Jeg tror vi er ved et brytningspunkt i Norge nå. Minoritetene er ikke like. Den innvandreren som landet på Fornebu i 1972, er veldig forskjellig fra den innvandreren som lander på Gardermoen i kveld. Gjennom dette budsjettet fokuserer vi innsatsen på enkeltindivider og ikke enkeltgrupper. Vi sørger for at den lille jenta som fortsatt lever på asylmottak, selv lenge etter at hun har fått opphold, kan få et sted å bo. Hun kan få venner på egen alder, starte på skolen og starte på reisen til å bli en selvstendig og sterk kvinne. Dette budsjettet sørger for at den samme jentas mor kan få en ny start i livet, der hun gjennom språkopplæring finner veien til arbeidslivet og kan tjene sine første penger noen gang. Dette budsjettet sørger også for at vi gjennom styrking av arbeidet mot tvangsekteskap sørger for at jenter som med full fart er på vei inn i sin egen framtid, ikke får en brå og brutal stopp på den reisen. Til slutt: Jeg har hørt dette ordtaket mange ganger: Dersom du utdanner en gutt, har du utdannet en gutt, har du utdannet en gutt, men om du utdanner en jente, utdanner du en hel landsby. Kanskje er det slik at dersom en kvinne blir integrert i det norske samfunnet, har kanskje også hele familien blitt det.

og vi mener at en sterk velferdsstat bidrar til den beste integreringen. Arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og er det viktigste virkemidlet for å motvirke fattigdom, utjevne sosiale forskjeller og oppnå likestilling. Vi vet at kontantstøtten ikke fungerer. Til tross for det velger regjeringen å utvide en kontantstøtte som med kirurgisk presisjon fører til at mange minoritetskvinner ikke er i jobb, og ikke sender ungene sine i barnehagen. Det er politikk for dårligere integrering. Et annet forslag som regjeringen kom med, som på mange måter var oppsiktsvekkende, var å foreslå kutt i barnehagetilbudet til fire- og femåringer i asylmottak. Barneombud Anne Lindboe sa det så treffende: «Konsekvensene blir at mange av disse barna mister barnehageplassen sin. Det vil påføre dem en dårligere psykisk helse, dårligere språkutvikling og de vil bli dårligere integrert.» Jeg er glad for at det kuttet er reversert. Det har også vi i Arbeiderpartiet gjort i våre alternative budsjetter. Så vet vi at mange også stenges ute fra arbeidslivet, og at mange fremdeles diskrimineres. Fordommer og hverdagsrasisme lever dessverre i beste velgående i 2014. De siste dagene har det vært mye oppmerksomhet om diskriminering i arbeidslivet. I VG på søndag kunne vi lese om Sonja Alexandra, som nå heter Lyng til etternavn, som byttet navn i frykt for ikke å få jobb. Hun sa følgende til VG: jeg følte meg usikker på om jeg ville komme meg på arbeidsmarkedet på grunn av mitt utenlandske navn.» Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sa i samme artikkel at det er 25 pst. mindre sannsynlighet for å bli innkalt til intervju dersom navnet ditt høres utenlandsk ut, og oppfordrer alle som opplever diskriminering, til å ta kontakt med ombudet.

Jeg har lyst til å si at det er bra at kommunene nå bosetter flere, men det går fremdeles for sakte. Arbeiderpartiet har derfor foreslått å øke integreringstilskuddet med 100 000 kr per lengeventende bosatt flyktning for å redusere antallet lengeventende på mottak. Så, for å avslutte: Områdesatsingen i byene har vært svært viktig for å gjennomføre nødvendige oppgraderinger av boområder med store sosiale og miljømessige utfordringer. Satsingen har svært gode resultater og har svært positive ringvirkninger. For oss er det derfor uforståelig at det for andre året på rad er store kutt i områdesatsingen. Dette er småpenger i den store sammenhengen, men det betyr enormt mye der innsatsen skjer. Arbeiderpartiet vil reversere kuttene og fremmer også forslag om å forlenge og forsterke områdesatsingene. For oss er disse satsingene et viktig verktøy for å realisere vår visjon om et land med små forskjeller og store muligheter. regjering som så sent som i fjor høst mente følgende: Norge bør opprette og drifte asylmottak i Afrika og Asia. Flyktninger som reiser til hjemlandet, skal miste oppholdstillatelse. Ekteskap skal ikke legges til grunn for innvandring til Norge. Innvandrere må jobbe og bo i Norge i minst ti år før de kan få Kun norske statsborgere skal være medlemmer av folketrygden. Utenlandsk arbeidskraft skal betale skatt til en egen folketrygdkonto og trekke på denne hvis de blir syke eller uføre, og hvis den kontoen er oppbrukt, må de forlate landet. Og så kanskje det punktet som er mest interessant for spesielt Kristelig Folkeparti, nemlig avvikling av tilskudd til trossamfunn. Det blir derfor interessant å se utviklingen på disse områdene. Vi har fått tidenes blåeste regjering, en regjering som sitter med kalkulatoren i hånden på alle politikkområder, også innvandring og integrering. Representantene fra Fremskrittspartiet har i årevis framstilt våre nye landsmenn som kjeltringer, som kun skal forsyne seg av velferdsfatet. Vi har i dag en regjering som ønsker at asylsøkere kun skal ha én ankemulighet og Kun norske statsborgere skal gis muligheten til familieetablering i Norge fra utlandet. For Arbeiderpartiet er det viktig og riktig å føre en konsekvent og helhetlig flyktning- og asylpolitikk som er human, rettssikker, rettferdig, og med respekt for internasjonale konvensjoner og avtaler som Norge har forpliktet seg til. Vi ønsker et tolerant samfunn, hvor alle har de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av bakgrunn, kjønn og religiøs tilhørighet. Mens Arbeiderpartiet hadde makten, gjorde vi veldig mye for å bedre integreringen av våre nye landsmenn. Vi gjeninnførte norskopplæring for asylsøkere og økte retten og plikten til norskopplæring fra 300 til 600 timer. I perioden 2004–2014 økte vi integreringstilskuddet til kommunene med om lag 600 mill. kr. Vi økte innsatsen for kvinner og barn og også en permanent ordning i Jobbsjansen, som ble etablert for å hjelpe flere kvinner i arbeid. Gratis kjernetid i barnehager i visse områder ble innført allerede i 2006. Vi gjorde det også lettere for barn å få norsk statsborgerskap. Vi styrket arbeidet mot tvangsekteskap med 70 mill. kr allerede i 2007 og 2008 og la samtidig fram en ny handlingsplan. Midlene er senere videreført hvert år. Tiltak mot tvangsekteskap var en viktig del av vårt arbeid mot vold i nære relasjoner. Å ha minoritetsrådgivere på skoler med stor andel elever med minoritetsbakgrunn var for oss viktige tiltak. Vi har hele tiden ført en forutsigbar og konsekvent asylpolitikk. Vi har brakt antall asylankomster ned på et håndterlig nivå. Særlig har antallet asylsøkere uten beskyttelsesbehov gått ned. Samtidig ble saksbehandlingstiden betydelig redusert. Både frivillige og tvangsmessige returer økte markant. Det gjelder særlig retur av kriminelle asylsøkere som har fått avslag. Det er interessant å bemerke at Fremskrittspartiet i dette øyeblikk har brutt forhandlingene med byrådet om neste års budsjett her i Oslo. Striden dreier seg primært om det skal tas imot nye flyktninger.

Er den god, eller er den dårlig? I dag registrerer jeg at Eirik Sivertsen sier til NTB: «Arbeiderpartiet er opptatt av en rettferdig, rettssikker og konsekvent asylpolitikk. Dette er familier som ikke har rett til beskyttelse i Norge og som oppholder seg i landet ulovlig. Barns beste skal tas hensyn til, men vi kan ikke ha et system der vi belønner dem som lenge nok har unndratt seg utsendelse, med opphold i Norge.»

En av dem, Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet – hun sitter i salen – sa da: «Barna har ikke valgt sin egen skjebne. De er ikke skyld i den situasjonen. Da mener jeg at vi som politiske myndigheter må ta ansvar for å ivareta barnas behov.» Hun ble spurt om hva som «konkret bør skje med de ungene som står i fare for å bli sendt ut». «Det beste ville vært å legge disse sakene på vent,» sa representanten Håheim. Jeg vil legge til at jeg er helt enig i det Stine Renate Håheim sa her. er da tydeligvis en stor avstand internt i Arbeiderpartiet om hvilken asyl- og flyktningpolitikk man skal føre, og ikke minst hvilken vekt man skal legge på barns beste. Jeg må også i denne debatten si at i 2007 samlet jeg ganske fort inn over 1 000 underskrifter, fordi en familiefar som var

fram når det gjelder håndtering av barn. Når det gjelder stortingsmeldingen Barn på flukt: Det er ikke sånn at en stortingsmelding gir lover og forskrifter. Det ble aldri resultatet. Helt til slutt: Vi har i løpet av to borgerlige budsjettflertall nesten doblet antallet kvoteflyktninger. Det er en betydelig forskjell på Arbeiderpartiet og de andre. Taletiden er omme. I løpet av debatten er

integrering. I den avtalen er det en rekke punkter, som 24-års aldersgrense, økt underholdskrav osv. – som jeg også var inne på i mitt første innlegg – som er klare innskrenkninger. I avtalen er det også to punkter som ikke er innskrenkninger. Det ene er engangsløsningen, som er implementert allerede i år. Det andre punktet, som ikke handler om innstramming, er den nye forskriften om lengeværende barn, som nå er på plass. Grunnen til at man i det hele tatt var nødt til å finne en løsning på dette med lengeværende barn, Grunnen til at man i det hele tatt var nødt til å finne en løsning på dette med lengeværende barn, og at vi i Fremskrittspartiet aksepterte det, er at det er to grunner til at barn har vært lenge i Norge. Den ene grunnen er at foreldrene har nektet å etterkomme norsk lovgivning, de har nektet å forlate landet, til tross for at de har fått avslag på sin søknad. De har vært her ulovlig over lang tid. Den andre hovedgrunnen til at barna har vært lenge i Norge, er at vi har hatt en rød-grønn regjering som ikke har vært i stand til å håndheve lover og regler tilstrekkelig. I fremtiden vil vi ikke være i den samme situasjonen – når vi sender ut mennesker som ikke har behov for beskyttelse og ikke har krav på å være i Norge. Det vil alle tjene på. Det må være mye bedre for de familier og de barn som har fått avslag på sin søknad, å bli returnert hjem for så å bli sendt ut av landet. Det er det som er realiteten i denne asylavtalen. De av representantene fra SV og Arbeiderpartiet som lurer på i hvilken retning totaliteten i denne avtalen går, kan bare lese avtalen punkt for punkt, så kan bare lese avtalen punkt for punkt, så kan de selv tolke hva som er innstramning, og hva som ikke er det. For Kristelig Folkeparti er det veldig kjekt at vi har fått til avtalen om å ta imot 500 nye kvoteflyktninger, samtidig som det er tverrpolitisk enighet om å hjelpe der nøden er størst – der flyktningene oppholder seg – og der effekten er veldig stor ved å hjelpe. Norge er et rikt land, og vi har et moralsk ansvar for å ta del i denne operasjonen. Vi regner derfor med at flyktninger fra Camp Liberty får særlig oppmerksomhet. Folkeparti er videre tilfreds med at budsjettforliket medfører en videreføring av støtten til informasjons- og veiledningssenteret for au pairer. Nå økes integreringstilskuddet og investeringstilskudd til kommunale utleieboliger. Det kan stimulere til økt bosetting, og vi hørte statsråden si i dag at det var én av de største flaskehalsene. Jeg regner med at vi kan følge dette videre inn i 2015 og 2016, for å se om vi kan bidra enda mer til økt bosetting og integrering av flyktninger. Det må også gjelde kompensasjon når det er eldre flyktninger og funksjonshemmede. Økning i integreringstilskuddet ser ut til å være et av de mest målrettede tiltakene for å øke kapasiteten. Det er positivt at regjeringen har så god dialog med kommunene. Sammen med SV, mener Kristelig Folkeparti at det bør åpnes opp for at flyktninger selv kan finne seg et sted å bo – dersom de har råd – med den støtten de får i introduksjonsprogrammet. Jeg er litt forundret over at ikke andre partier har vært med på det. For gjennom selvbosetting kan flyktninger i større grad selv ta ansvar for å påvirke sin livssituasjon og sin bosituasjon i i framtiden. Istedenfor å bli behandlet som passive klienter, får man tidlig mulighet til å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv. Kristelig Folkeparti synes det er krevende å høre om radikalisering i innvandrermiljøer i Norge. Enkelte personer fra innvandrermiljøer har sluttet seg til ekstreme islamistiske miljøer og reist til Syria for å kjempe for ISIL. Kristelig Folkeparti ønsker, sammen med regjeringen, å finne forebyggende tiltak mot at slikt Til slutt: Det er viktig at UNE fungerer effektivt som et uavhengig forvaltningsorgan som gjør grundig etterprøving av de vurderingene UDI har gjort. UNE skal ivareta rettssikkerhet og bidra til at vedtakene er i tråd med internasjonale konvensjoner og norsk lov. Kristelig Folkeparti er glad for at antallet ubehandlede saker er på vei ned, med kortere saksbehandlingstid. Men Kristelig Folkeparti mener at effektivitet ikke skal gå på

lenge, og i den siste uken har den vært ganske intensivert, der vi har diskutert hva vi gjør med de lengeværende asylbarna. Det er en viktig debatt. Vi har registrert at regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti har kommet fram til en avtale om en ny forskrift som på enkelte punkter liberaliserer dette. På andre punkter er det en videreføring av momenter som lå i stortingsmeldingen Barn på flukt. Det jeg sa i mitt innlegg, var at det er bra at vi har kommet fram til en avklaring. Det er bra at vi har fått en avklaring, slik at de menneskene som dette gjelder, kan komme seg videre i livet sitt, enten de skal få bli i Norge, eller de må reise hjem til sitt hjemland. Så sier jeg at vi håper da at de intensjonene som partene hadde, blir oppfylt, og at vi ikke får uønskete virkninger av det. Både representanten Kjenseth og jeg – håper jeg – er klar over at Det er ingen som frivillig velger å sette livet sitt på vent. Det er krevende forhold som gjør at man faktisk ønsker å være her. Men vi kan heller ikke lage et system som belønner dem som ikke forholder seg til det som norske myndigheter pålegger dem. dem. Det er hele dilemmaet – hele kjernen i debatten. Det er en avveining mellom barnas beste og innvandringsregulerende hensyn. Det er kjernen i debatten. Og hvor skal balansepunktet være? Vi diskuterte en stortingsmelding. Det er ingen hemmelighet at det er forskjellige synspunkter i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet er et stort parti. Det ville være pussig om alle våre over 50 000 medlemmer skulle mene akkurat det samme i denne saken. Vi har ganske tøffe debatter om det, men vi mener at sammen med regjeringspartnerne våre fant vi et godt balansepunkt da vi behandlet stortingsmeldingen Barn på flukt.

Så må jeg få lov til å avslutte med å takke for en av de bedre debattene jeg har opplevd å være med på i Stortinget. Jeg opplever at mange av innleggene har vært åpne og inviterende, og jeg har lyst til spesielt å adressere til statsråd Horne at hennes holdning i hennes innlegg var åpen og ærlig med hensyn til de utfordringene vi sammen står overfor. Vi er ikke enig i alle virkemidlene, men det er i hvert fall enighet om at vi har store utfordringer på dette feltet, som vi vil forsøke å løse.

men når det gjelder den nasjonale politikken, stemmer det ikke. Innlegget stemmer ikke med det som regjeringen gjør. Han snakket om hvor viktig det var at jentene fikk utdanning, og at kvinnene kom i jobb. Det er jeg helt enig i, men dette budsjettet gir jo mindre til innvandrermødrene og mer til millionærene.

bedre. Da er det veldig rart at det er en ordning som regjeringen går løs på. Det er mange innvandrerkvinner som også har bruk for overgangsstønad. Hvis man blir alene, trenger man høyere inntekt, og da trenger man å kunne kvalifisere seg. Og det virker. Det andre er Jobbsjansen, som regjeringen har hatt mulighet til å prioritere. Den virker så det griner, det bekrefter også ministeren selv, men man har valgt ikke å bruke penger på det. men man har valgt ikke å bruke penger på det. Man har derimot valgt å bruke penger på kontantstøtte, som er betaling for å holde ungene vekk fra barnehagen og mor vekk fra jobb. I tillegg viser man til aktivitetsplikten som nå skal være for sosialhjelpen. Vi har diskutert det før i dag. Det ligger ikke en eneste krone i kommuneøkonomien til å gjennomføre denne aktivitetsplikten. Det betyr jo at de innvandrerkvinnene som ikke kan norsk, vis skal få et tilbud som koster kr 0, og det skal virke positivt. Jeg er veldig for aktivitet. SV er veldig for aktivitet. Det er derfor vi har lagt inn penger til den aktiviteten som folk på sosialhjelp skal ha. Det er derfor vi har finansiert tiltak for ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv, og det er derfor vi også har brukt penger på Jobbsjansen og på overgangsstønaden, for vi vet at det virker. Og vi vet at det virker veldig godt for innvandrerbefolkningen at de får et kvalitetsmessig godt tilbud, f.eks. at den aktiviteten de har, bidrar til at de lærer norsk – at de ikke bare utfører manuelt arbeid og ikke blir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

delt på flere måter, så jeg skal nøye meg med å være kort og redegjøre bare for hovedspørsmålene i saken og for Arbeiderpartiets standpunkt her. Jeg forventer at de respektive partiene redegjør for både sine standpunkter og sin stemmegivning i saken. Denne saken handler om mulighet til å gjøre unntak fra taushetsplikten for ansatte eller andre som utfører arbeid eller tjenester i mottak og omsorgssentre, slik at det kan gis opplysninger til utlendingsmyndighetene for bedre å kunne opplyse saker som er til behandling etter utlendingsloven. Det er to forhold som diskuteres i saken, og som forslaget omfatter: de voksne beboerne og de mindreårige beboerne. Allerede her skiller komiteen lag, så jeg går nå over til å redegjøre for Arbeiderpartiets standpunkt. For Arbeiderpartiet For Arbeiderpartiet har dette vært en vanskelig avveining – å veie behovet for å sørge for opplysninger som er relevante for saker som er til behandling etter utlendingsloven, og diskusjonen om hvorvidt det er grunnlag for å få opphold i Norge, opp mot hensynet til personverninteresser.

konklusjon. Hovedbegrunnelsen er at når det gjelder de mindreårige barna, altså de som ikke har fylt 18 år, foreligger det, etter Arbeiderpartiets oppfatning, en fare for at man blander rollene – misforstår forholdet mellom det å være en omsorgsperson, siden barnet ikke har noen andre omsorgspersoner

Det er utlendingsmyndighetene som avgjør om det foreligger grunnlag for opphold, og avgjørelsen må bygge på en grundig vurdering av de faktiske opplysningene i den enkelte saken. Søkeren har en plikt til å gjøre sitt beste for å medvirke og framlegge nødvendig dokumentasjon, samtidig som vi er nødt til å ha systemer som i størst mulig grad bidrar til å få realitetene på bordet. Dersom vi ikke klarer å fange opp dem som forsøker å utnytte asylinstituttet eller dem som faktisk er reelt forfulgte, som har reelt beskyttelsesbehov, og sender dem tilbake til fare, er ingen av delene en holdbar situasjon. Derfor er det så viktig at vi får klarlegge alle sider ved en asylsøknad. Ansatte ved norske asylmottak besitter en kunnskap som kan være ytterst relevant i en asylprosess. Opplysninger de ansatte besitter, kan med andre ord være viktige for å bekrefte eller avkrefte opplysninger asylsøkeren har gitt til utlendingsmyndighetene, og eventuelt gi grunnlag for videre undersøkelser. Dette kan eksempelvis være hvilket språk asylanten prater til daglig, familierelasjoner eller annen informasjon som kan bidra til å få fram korrekt faktagrunnlag. Det er viktig å understreke at dette ikke bare vil kunne bidra til å hindre dem som oppgir uriktige opplysninger for å jukse seg til opphold, men også dem som trenger reell hjelp og er reelt forfulgte. Det er også viktig at vi ikke skaper et kunstig skille i offentlig forvaltning, regler som skaper forskjellige resultater for brukere, avhengig av hvilken institusjon vedkommende tilfeldigvis plasseres på. Det er derfor viktig at vi får like regler for både offentlige og private asylmottak. Likebehandling i offentlig forvaltning må være en selvfølge, og jeg er glad for at proposisjonen legger opp til en likebehandling av offentlig og privat drevne asylmottak. Så hadde jeg håpet at vi kunne komme fram til enighet i dag, og det er stor enighet om grunnlaget for det. Jeg vil derfor opplyse om at Fremskrittspartiet og Høyre subsidiært kommer til å stemme for

Når det kommer en asylsøker til landet, møter han ulike instanser. Han er kanskje mistenksom fordi han ikke er vant til at politi og andre offentlige organ er til å stole på, og derfor holder han kanskje tilbake opplysninger eller oppgir feil opplysninger. I Norge er det viktig å få fram sannheten, men den eier den personen som kommer. Det er en del av personvernet, en del av privatlivet og en del av det ansvaret som den personen påtar seg for å snakke sant. På samme måte har en helsepersonell og folk i asylmottak og politiet som er ute etter ulike opplysninger, og vi har landet på at vi må ha en streng praksis på dette området for å ivareta nettopp personvernet, men da sitter asylsøkerne med et stort ansvar for å få fram de korrekte opplysningene om seg selv og må ta ansvar for det Vi ønsker jo at de skal bistå og ha tillit til vårt politi og til våre institusjoner, men det må, som sagt, bli forklart via en god rettsprosess, og det håper vi at vi kan bidra til. Det har også vært høring på området. Jeg vil bare avslutningsvis gjøre rede for en stemmeforklaring. Kristelig Folkeparti stemmer subsidiært for Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag til annet ledd. Hvis det første leddet får flertall, regner vi med at det blir separate voteringer i saken. Da er det redegjort for det.

Jeg mener at det er uheldig at vi i dag har ulike bestemmelser om ansattes taushetsplikt i private og offentlig drevne asylmottak. Forvaltningslovens bestemmelse om taushetsplikt, som regjeringen gjennom Prop. 104 L foreslår endringer i, gjelder for offentlig virksomhet og dermed for kommunalt drevne asylmottak. Det er derfor god grunn til å gjøre de endringene som skal til for Senterpartiet slutter seg til komitéflertallet i spørsmålet om å gi utlendingsmyndighetene nødvendig tilgang på opplysninger som gir myndighetene et best mulig grunnlag for å avgjøre hver enkelt sak. Vi mener at det er rett og rimelig at ansatte i private og offentlig drevne asylmottak skal ha samme rett og plikt til å bidra med opplysninger de er kjent med om identitet og bakgrunn, eller om andre forhold som har direkte betydning for vurderingen av retten til asyl.

Vi viser i våre merknader til at flere av høringsinstansene er bekymret for barnas behandlingstilbud dersom voksenpersoner rundt dem pålegges å gi opplysninger som de har blitt gjort kjent med i kraft av den omsorgsrollen de fungerer i. Jeg merker meg at statsråden i sitt brev til komiteen sier seg enig i at hensynet til den mindreåriges behov for trygghet og omsorg må tillegges stor vekt,

Barn er sårbare, og jeg har merket meg at det generelt sett ikke forventes at unger skal bidra i klargjøring av grunnlaget for søknad om opphold for seg og sin familie. Enslige mindreårige asylsøkere er i en enda vanskeligere situasjon enn unger som har kommet hit sammen med familien sin. Bestemmelsene i barneloven om taushetsplikt for ansatte er strengere enn etter forvaltningsloven. Jeg mener vi er på trygg grunn når vi gir enslige mindreårige asylsøkere det samme rettsvernet som andre mindreårige. Det er en menneskerett å søke asyl, og vi har en velfungerende rettsstat og et ansvar for en forsvarlig behandling av asylsøknader og ikke minst en skikkelig behandling av asylsøkere. Lovforslaget som er fremmet av regjeringen, innebærer etter Venstres oppfatning en kraftig svekkelse av asylsøkeres rett til sikkerhet. Det legges opp til at ansatte i mottak på barnevernets omsorgssentre m.m. får en plikt til å utlevere opplysninger

angivere for utlendingsmyndighetene. Det synes ikke Venstre er noe særlig. Jeg vil anta at det å bo i et mottak – med livet på vent – i seg selv er ganske belastende. Det er en ordning der man, i det som er ens eget hjem på ubestemt tid, skal gå rundt og være redd for hva en sier, og hva en gjør, fordi det kan bli videreformidlet til utlendingsmyndighetene, med en avgjørende betydning for ens mulighet til å bli i landet. Etter Venstres oppfatning er ikke det en rettsstat verdig. Hvem andre i et samfunn kan underlegges et tilsvarende overvåkingsregime? Datatilsynet frykter at loven legger til rette for ukvalifisert gjetning, med derpå dårlig opplysningskvalitet, noe som kan få alvorlige følger for den enkelte. Advokatforeningen mener at forslaget bryter med all forvaltningspraksis det offentlige har for innsamling av personopplysninger, der nedtegnelse i journal avgrenser muligheten til videreformidling av opplysninger. Barne- og likestillingsdepartementet understreker at det er viktig at asylsøkere har tillit til mottaksansatte, og at det er særlig viktig for barn og deres følelse av tilhørighet og trygghet. Noen norske sentre for menneskerettigheter, som NOAS, er kritiske, Barneombudet er kritisk osv. Venstre deler regjeringens ønske om å tilrettelegge for at relevante opplysninger i saken kommer fram, men tar kraftig avstand fra metodene man her ønsker å ta i bruk. Målet helliger ikke til enhver tid virkemidlene. Og som påpekt av flere høringsinstanser: En kan ikke med dette være sikker på at opplysninger som videreformidles, verken er korrekte eller fullstendige. Saken vil da ikke bli fullstendig opplyst, men det vil definitivt bli enda vanskeligere å bo i mottak, både for voksne og for unger. Så en stemmeforklaring til det vi har foran oss når det gjelder de forskjellige voteringene: Vi vil i de forskjellige voteringene: Vi vil i utgangspunktet stemme mot det hele, men vi vil stemme subsidiært for Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag til annet ledd dersom det blir flertall for første ledd, og da må det være separat votering over første og annet ledd.

tungtveiende innsigelsene som høringsinstansene har kommet med, for det er veldig sjelden jeg har sett en sak som har så tungtveiende innsigelser. For eksempel er flere departementer imot, bl.a. Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som sier – helt riktig – at man ikke skal behøve å dele alle opplysninger om seg sjøl med utlendingsmyndighetene, for det er ikke relevant. Datatilsynet «frykter at loven legger til rette for ukvalifisert gjetning, med derpå dårlig opplysningskvalitet, noe som kan få alvorlige følger for den enkelte», og det er jo det som er viktig i disse sakene. Dette handler jo om veldig alvorlige ting. Det ene er om man får opphold. Det andre er hva som skjer hvis man blir sendt tilbake igjen på et helt falskt grunnlag. Her gir man nesten en slags angiverplikt til folk som har svært ulike kvalifikasjoner og gir man nesten en slags angiverplikt til folk som har svært ulike kvalifikasjoner og ulik mulighet og kunnskap til å tolke den informasjonen de får – det er ikke tolk, og det kan være ganske tilfeldig hva det er man

Foreningen mener derfor at lovforslaget strider mot likebehandlingsprinsippet, som bør råde i utlendingssaker.» Jeg trodde vi var enige om at likebehandlingsprinsippet skulle råde, og at det ikke skulle være tilfeldig hvilke opplysninger som man skulle kunne legge fram. Så er det enda kraftigere innsigelser fra mange av høringsinstansene når det gjelder barn. barn. Derfor er jeg glad for at det er lagt fram et alternativt forslag i dag. For det er klart at barn som lever i mottak, vil på en mye sterkere måte enn voksne være avhengig av å kunne stole på noen voksne, kunne betro seg til dem, fortelle tanker fortelle tanker og kanskje også historier som det ikke er meningen at skal bringes videre til utlendingsmyndighetene. Disse barna har heller ikke den plikten, som det har vært sagt her. Av hensyn til barnas integritet og personvern bør det ikke åpnes for at opplysninger kan formidles til utlendingsmyndighetene uten samtykke.

Barneombudet mener at «det er meget betenkelig at ansatte i mottak skal ha plikt til å videreformidle informasjon tatt ut av sin sammenheng. Ansatte vil komme i en enda vanskeligere mellomposisjon, som fører til en ytterligere sammenblanding av roller som omsorgsarbeider og som en

Det man gjør nå, er å åpne for et system der det er ukvalifiserte personer som skal tolke utsagn, kanskje gitt i en fortvilet og vanskelig situasjon, som kan få avgjørende betydning i en sak som faktisk kan handle om liv og død. Det er SV imot. Jeg vil først si et par ord til siste innlegg. Jeg mener det er

Så har jeg lyst til å takke saksordføreren og de øvrige debattantene for en ryddig og god debatt, og en gjennomgang av det som flere har pekt på er en komplisert utfordring. Jeg er glad for at det nå er flertall for at ansatte på asylmottak skal ha plikt og rett til å utlevere opplysninger til utlendingsmyndighetene på visse vilkår. Det er delte meninger om enslige mindreårige, som jeg kommer tilbake til. Det er sentralt å ha klare og enhetlige regler for mottaksansatte i alle typer mottak, og jeg har merket meg at flertallet i komiteen er enig i dette. Samtidig er det viktig å ha regler som tilrettelegger for at utlendingsmyndighetene har et best mulig beslutningsgrunnlag for å fatte riktige avgjørelser i utlendingssaker. Dette er det sentrale formålet med dette forslaget. Et godt beslutningsgrunnlag i asylsaker er først og fremst viktig for å sikre beskyttelse til de menneskene som har behov for det, men også for å hindre at personer får oppholdstillatelse i Norge på falskt eller uriktig grunnlag. Forslaget vil dermed bidra til å sikre legitimiteten til asylinstituttet og forhindre misbruk. Jeg er også svært opptatt av at utlendinger uten lovlig opphold i Norge skal returneres raskt tilbake til sine hjemland. Forslaget gir Politiets utlendingsenhet adgang til å innhente opplysninger om utlendinger som som mottakene kan besitte, f.eks. opplysninger knyttet til identitet og kontakt med familie i hjemlandet. Så vil jeg også understreke at regjeringen og jeg mener det er viktig at hensynet til mindreåriges behov for trygghet og omsorg skal tillegges stor vekt. Det er en av de tingene som gjør at dette er en svært komplisert sak. Men samtidig mener jeg det er viktig at utlendingsmyndighetene har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å vurdere hensynet til barnets beste. For enslige mindreårige asylsøkere vil det bl.a. være særlig viktig å få kjennskap til eventuell kontakt med omsorgspersoner i hjemlandet og omsorgspersoners oppholdssted. Det er nødvendig for at utlendingsmyndighetene skal kunne gjøre en vurdering av hva som vil være barnets faktiske beste ut fra alle relevante saksforhold. Etter regjeringens mening er det ikke riktig at ansatte i mottak og omsorgsenheter skal holde tilbake slik relevant informasjon Så har jeg merket meg, som også flere har sagt i innlegg i salen i dag, at det har vært noen henvisninger til høringsinstanser som har vært kritiske. Det er bl.a. understreket betydningen dette har for tillitsforholdet mellom ansatte og beboere. Det stilles spørsmål ved de ansattes kompetanse til å videreformidle informasjon, kontradiksjon, osv. Jeg mener at dette er relevante motargumenter, men jeg mener også at hensynet til å få belyst disse sakene så godt som mulig, må gå foran. Vår informasjon til beboere vil dessuten kunne bidra til å redusere mulige uheldige virkninger for nettopp å beskytte tillitsforholdet mellom ansatte og enslige mindreårige asylsøkere. Regjeringens forslag er begrenset til kun å gjelde opplysninger som det er særlig viktig at Jeg vil også presisere at formålet med forslaget ikke er at det skal innhentes opplysninger i alle saker, men kun der det er nødvendig for å opplyse saken. Det er dessuten relevante opplysninger som kan videreformidles, ikke annet. Retten til kontradiksjon vil være oppfylt gjennom utlendingsforvaltningens alminnelige prosedyre knyttet til den informasjonen som benyttes i vedtakene. Etter dagens regelverk plikter alle asylsøkere å legge frem nødvendig dokumentasjon og medvirke til innhenting av nødvendige opplysninger for å opplyse egen asylsak. Regjeringen mener det er svært viktig å få opplyst alle asylsaker så godt som mulig, også sakene til de enslige mindreårige. Jeg må erkjenne at vi også slår oss til ro med Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag som vil gjøre dette bedre på veldig mange områder, hvor uenigheten går på mindreårige barn. Så vil jeg helt til slutt få lov til å takke komiteen for en god debattdag,

for at det også burde ha vært grunnlag for å unnta dem som arbeider opp mot mindreårige, fra taushetsplikten. Det er det ikke flertall for i salen, og jeg er glad for at statsråden vil slå seg til ro med det. Men anerkjenner statsråden at dette er en grunnleggende innvending mot regjeringens forslag, og forstår statsråden at det kan være grunnlaget for ikke å støtte regjeringens forslag til annet ledd? Det andre spørsmålet er: Basert på høringsinstansene og alle de tunge innvendingene som kom der, vil statsråden, fordi dette er svært vanskelige avveininger, følge opp hvordan dette faktisk praktiseres? Som jeg sa i mitt innlegg, mener jeg at det er relevante motforestillinger, og det handler om i hvilken grad en vekter motforestillingene opp mot det som er hensikten med forslaget. Da er det en avveining av hvor viktig det er på best mulig måte. Det mener regjeringen er et svært viktig hensyn. Det betyr ikke det samme som at vi ikke anerkjenner motargumentene når det gjelder tillitsforholdet mellom enslige mindreårige og personer som arbeider på mottakene. Det er også vektige motargumenter. Så jeg har lyst til å si, som jeg også sa i innlegget mitt, at dette er en komplisert problemstilling, og det er avgjørende hvor mye man vekter de ulike hensynene. Det er alltid slik at praktiseringen av et regelverk følges opp på ulikt vis, og også dette må selvfølgelig følges opp på en skikkelig måte i tråd med det som er Stortingets forutsetninger. Replikkordskiftet er avsluttet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det

Henriksen

representanten Skei Grande er så

Russland. Jeg har
at jeg får

og det er at de

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt to forslag. De er forslag nr. 1, fra Anniken Huitfeldt på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 2, fra Kristian Norheim på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og

alt 31 forslag. Det er forslagene nr. 1–17, fra Eirik Sivertsen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 18–20, fra Eirik Sivertsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 21 og 22, fra Eirik Sivertsen på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 23–25, fra Heidi Greni på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 26–31, fra Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti

for innstillingen og 1 stemme imot. Presidenten var kanskje for rask med å si at voteringen var avsluttet. Vi tar voteringen en gang til. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Miljøpartiet De Grønne også her vil stemme imot. SV skal også stemme imot.